Stortinget går da først til votering over gjenstående saker på dagsorden nr. 85 fra tirsdag 26. mai, som er sakene nr. 14–25. Under debatten er det satt frem i alt seks forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Kjersti Toppe på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og

og Rødt har varslet støtte til forslagene. Under debatten er det satt frem i alt 13 forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Masud Gharahkhani på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Masud Gharahkhani på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 5, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 6–11, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 12 og 13, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt Det voteres over forslag nr. 13, fra Rødt.

Henriksen har bedt om ordet til en stemmeforklaring. Jeg har bare behov for å informere gruppa mi om at vi skal stemme for dette forslaget, selv om barns rettigheter er hjemlet i Grunnloven og Barnekonvensjonen ble inkorporert som norsk lov i 2003. Vi

Ja,